lærerne. Når vi vet at det aller viktigste parameteret for kvalitet og utbytte av skolen er nettopp lærernes faglige kompetanse, mener vi at det ikke er urimelig at foreldrene og elevene har tilgang til informasjon om hvilken kompetanse lærerne har. Vi er enige om at det er det viktigste kvalitetsparameteret, men vi er uenige om hvorvidt foreldrene skal få vite nivå dette kvalitetsparameteret ligger på. Det får vi bare være uenige om. Når det gjelder Utdanningsforbundet, har i hvert fall ikke jeg påstått at de var for lovformuleringen som vi ønsker. Det jeg har sagt, er at Utdanningsforbundet er tydelig på at de ønsker en rett og en plikt til etter- og videreutdanning. Med en slik rett og plikt til etter- og videreutdanning ville det på sikt være mulig å få til. Kanskje ikke på fem år, men i hvert fall på mindre enn 40 år, som dette ellers ville ta av tid å få implementert. Jeg gjentar at dette er en historisk viktig dag for norsk skole og forhåpentligvis et virkelig vendepunkt når det gjelder å løfte kvaliteten i norsk skole nye hakk. Statsråden sa i replikkordskiftet at den nye lærerutdanningen var det som befordret at man nå kunne sette kvalitetskrav eller kompetansekrav til lærere i Statsråden sa i replikkordskiftet at den nye lærerutdanningen var det som befordret at man nå kunne sette kvalitetskrav eller kompetansekrav til lærere i undervisningsfag. Ja, det er mulig det, men det kunne vi faktisk ha gjort uavhengig av den nye lærerutdanningen, for det handler om at man skal sette seg noen mål, bestemme seg for hvor man vil, og da må også lærerutdanningen være i utvikling og tilpasses de ambisjonene vi har for norsk skole. En konsekvens av Stortingets vedtak i dag må også være at vi skal satse radikalt mer både på grunnutdanningen og på et mer bærekraftig system for etter- og videreutdanning. Jeg vet ikke om det var en budsjettlekkasje da statsråden sa at man skulle trappe opp bevilgningen til videreutdanning i årene som kommer, men Høyre hilser i alle fall det svært velkommen. Vi mener at mange flere lærere trenger, ønsker og må få etter- og videreutdanning. Jeg har også lyst til å understreke at Utdanningsforbundet har sagt – og dette er de helt enig med Høyre i – at lærerne må ha rett og plikt til etter- og videreutdanning. Hvis vi mener dette med rett og plikt til etter- og videreutdanning, må vi ha et mye mer robust system, som skaper en helt annen forutsigbarhet, slik at de som utdanner seg som lærere, kan vite og ha trygghet for at de kan få lov til å dyrke og mens de står ute i skolen. Jeg tror det har med attraktiviteten til læreryrket å gjøre, at den flinke realisten eller språklæreren vet at man kan få lov til å legge nye alen til sin egen læring, også utover i lærerlivet. Jeg har igjen lyst til å dvele ved det paradokset at i helsevesenet aldri ville komme på tanken engang om at ikke alle som jobber i helsevesenet, skulle følge de samme kvalitetskravene når man innfører nye kompetansekrav. Men i skolen skal man ha et skille mellom lærerne som er innenfor de nye kompetansekravene, og de som skal leve etter den gamle malen. Det er et aldri så lite gjennombrudd når regjeringen nå sier ja til private skoler i små og verneverdige fag. Dette er fag som har slitt tungt i lang tid, og det er i tolvte time at man nå får stablet på beina et utdanningstilbud som kan ta vare på en veldig viktig del av kulturarven vår, som det er interesse for å men som den offentlige skolen av ulike årsaker ikke har greid å ta vare på. Jeg er glad for at det også fra opposisjonen settes pris på regjeringens pragmatisme i forhold til privatskoleloven for å sikre de små, verneverdige fagene. Jeg mener dette er en god løsning. Det betyr at vi for en del av de miljøene som faktisk har påtatt seg et ansvar som vi ikke har klart å ivareta i offentlig offentlig regi, finner en løsning. Så har jeg bare lyst til å si til representanten Thorsen at vi ikke må snakke om spesialundervisning som om det «stort sett» utføres av assistenter. Det er feil. Assistenter gjør en viktig jobb innenfor spesialundervisning, men det skal være som assistenter for å støtte opp om en undervisningssituasjon. De skal ikke overta undervisning. Det skjer heller ikke, selv om vi har utfordringer i forhold til det. Det skjer heller ikke «stort sett». Det skjer i et visst omfang, men det er ikke sånn at det er «stort sett». Men vi har en utfordring på det området – selvfølgelig. Jeg tror kanskje vi nærmer oss den litt bedre hvis vi er litt mer presise når vi snakker om den. Så til lærerne og lærernes kompetanse. Ja, det er helt riktig, vi vet at særlig når man kommer litt oppover i alderstrinnene og litt oppover i alderstrinnene og litt oppover i utdanningssystemet, er det en meget nær sammenheng mellom lærernes kompetanse i fag og deres pedagogiske evner, og hva som er elevenes læringsutbytte. Jeg synes ikke det er noen sjokkerende erkjennelse, eller at det slår beina under alt man har ment om lærere tidligere. Men jeg mener det er en veldig viktig erkjennelse, som vi jo la på plass i forbindelse med den nye Så har jeg lyst til å si at det er ikke svart–hvitt i denne diskusjonen. For måten man kan sikre at de lærerne som allerede er i skolen, får muligheten til faglig påfyll på, er å sikre en god videreutdanningsstrategi. Nå har regjeringspartiene og organisasjonene kommet fram til en fordeling der staten betaler 50 pst., kommunene 25 pst. og lærerne pst. Vi er enige om det, og KS anbefaler det. Opposisjonens modell er 60 pst. på staten, 20 pst. på lærerne og 20 pst. på kommunene. Det er umulig å se for seg at det virkelig skulle føre til tusener på tusener av nye, godkjente videreutdanningsløp fra kommunenes side. Men jeg har et håp om at kommunene ser at de har et arbeidsgiveransvar for at lærerne framover skal ha ser at de har et arbeidsgiveransvar for at lærerne framover skal ha kompetanse, for de har bedt om å få arbeidsgiveransvaret for lærerne. Nå må de vise at de er klare til å innfri når det gjelder å være arbeidsgiver. Det dreier seg altså om etter- og videreutdanning for deres ansatte. Representanten Elisabeth Aspaker har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har i

for Høyre har lagt en halv milliard kroner mer i potten. Det er jo den store forskjellen.

Så her er det om å gjøre å ha to tanker i hodet samtidig. Så til videreutdanningsstrategien: Ja, når modellen til Høyre er 20 pst., ikke 25 pst. på kommunene, sånn som regjeringens opplegg er, 20 pst., ikke 25 pst. på lærerne, sånn som regjeringens opplegg er, 60 pst., ikke 50 pst. på staten, sånn som regjeringens opplegg er, så er det ikke hav og himmel. Derfor er det veldig trolig at å bevilge mer penger her – uten samtidig å få opp kommunenes ansvar for videreutdanning – ville ikke betydd noe særlig fra eller til, for det var penger kommunene ikke ville benyttet seg av. Så her har vi en utfordring som er større enn som så. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr.3. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og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

økt styring av og kontroll med samskipnadene. Det er en lang tradisjon som ligger bak vår samskipnadsorganisering. Det er de mest erfarne studentpolitikerne som får tillitsverv i samskipnaden. Ja, fra min tid som studentpolitiker var det når man fikk styreverv i samskipnaden, Vi har gjennomført høring i denne saken. Det var ikke så lang høring. Det er vanligvis ikke sånn at man tror at en styresammensetning er det som blir kioskvelteren her på Stortinget. Men dette er en sak som virkelig har engasjert mange. Først vil jeg ta forslaget om å innføre statsautorisert revisor. Det syns alle partiene på Stortinget er klokt, og det støtter vi.

Det er ikke sånn at det er noen som ønsker et underskudd. Men det ville være rart å gjøre det lovstridig å gå med underskudd – hvis noe uforutsatt skjer. Jeg antar at f.eks. statsråden, som har vært partileder lenge, alltid har prøvd å drive partiet med overskudd, eller i hvert fall å gå i balanse, men det hadde vært rart om alle som

Sånn har det alltid vært – dette har vært studentenes initiativ, dette har vært studentenes bedrifter. Det har vært veldig konsensusorienterte organer. Det er veldig få vedtak i samskipnader som ikke blir fattet ved konsensus. Det ligger i sjølve studentsamskipnadens sjel og framdrift at det er det man prøver å jobbe ut fra, og det er veldig sjelden at man trumfer gjennom vedtak om store investeringer på marginer. Det har vært prinsipielt viktig at studentene skulle få styre studentenes egne bedrifter, og det er det som har skapt opprør. Det som for meg er litt vanskelig å skjønne, er hvordan man skal kjempe for en slik endring når absolutt ingen vil ha den. har vært vanskelig som saksordfører å finne noen som har talt for en slik endring. Det siste som skjedde etter at vi hadde avholdt høring, var at også LO sendte over et brev der de klart uttrykte at de heller ikke kunne støtte en sånn lovendring. For meg er det et litt ufattelig forslag, at det skal være så mye mistillit knyttet til noe som har fungert så godt i alle år, noe som har fungert så godt i alle år, noe som har fungert så rekrutterende når det gjelder ledere til samfunnet. Vi har spesielt en episode som det vises til i mange sammenhenger. I den sammenhengen ble alle vedtak fattet enstemmig. Det hadde ikke hjulpet med noe annet flertall. I den sammenhengen ville ingen av disse endringene ført til en annen utgang av vedtakene. Vi må heller se på andre tiltak for å bøte på slike situasjoner i denne lovendringen – som heller ikke ville ha hjulpet den gangen det gikk galt. For meg er dette et ufattelig forslag. Jeg skjønner ikke hvilke argumenter som taler for. Det ville glede meg om noen kanskje klarer å framføre dem fra talerstolen. Det er også foreslått en varslingsplikt. Den ser vi heller ikke som nødvendig. Men i dag er det bredt flertall knyttet til å ha statsautorisert revisor i samskipnadene. Der stopper det. Takk til saksordføreren som redegjorde godt for de tiltakene vi er

og vært dyktige til å understøtte høyere utdanning. Samskipnadene forvalter store verdier på vegne av nåværende og framtidige studenter. Blant annet omsetter SiO årlig for ca. 1 mrd. kr, og samskipnadene har i all hovedsak forvaltet det store ansvaret de har, på en god måte. Det er imidlertid sånn at samfunnet har hatt et behov for å høyne graden av alvor rundt en del av de aller største beslutningene. Jeg mener at det å møte styrerepresentanter i samskipnadene med klare krav og forventninger ikke er mistillit, men det er å ta den jobben de gjør, på alvor – akkurat som vi gjør med andre som forvalter store verdier på vegne av fellesskapet. Derfor har Kunnskapsdepartementet hatt en bred gjennomgang av og fremmet en rekke tiltak for å sikre en likeverdig og robust studentvelferd i hele landet. Et av forslagene det har vært mye debatt om, er kravet om to tredjedels flertall i saker med stor økonomisk betydning. Vi mener det er ønskelig med en bred forankring i styret når viktige avgjørelser med konsekvenser for den langsiktige økonomien skal tas. Hele formålet med samskipnadene skal være å sikre en best mulig studentvelferd. Da er det en forutsetning at man har en robust økonomi. Målet om bred forankring i styret oppfattet jeg at også studentorganisasjonene og Samskipnadsrådet la stor vekt på viktigheten av, da komiteen hadde Så er det sånn at aktiviteter med et kommersielt formål ikke ligger i det som vi anser skal være kjernevirksomheten til samskipnadene. De representerer også en større økonomisk risiko enn andre typer aktiviteter. Derfor mener vi det er fornuftig at det i denne typen vedtak er krav om to tredjedels flertall i styret, og det står vi fast på. Men vi har også lyttet til Samskipnadsrådet. Vi har sett You Tube-videoene fra engasjerte studenter i NSO, og noen av oss har til og med fulgt med på debattene på Twitter. De har vi tatt på alvor. Derfor fremmer vi i dag et forslag om å ta investeringer i studentboliger ut av listen over beslutninger som krever tilslutning av to tredjedeler av styret. Det vil gi mer fleksibilitet og handlingsrom når samskipnadene skal investere i studentboliger.

Låneopptaket må derfor være stort i forhold til samskipnadens størrelse og økonomiske situasjon for at regelen om to tredjedeler skal trå i kraft. Det er verdt å merke seg at det er hvert enkelt styre i studentsamskipnadene som må foreta den konkrete vurderingen av om låneopptaket er å anse som et større låneopptak eller ikke. Det er en skjønnsmessig vurdering som også blir brukt i annen type långivning, f.eks. når det gjelder krav om forsvarlig egenkapital i aksjeloven. Når studentboliger blir tatt ut med en vurdering av hva som er større låneopptak, mener vi at vi legger til rette for et større handlingsrom, en større grad av frihet for samskipnadene, når det studentboliger. Med det endringsforslaget fra de rød-grønne partiene mener vi at vi er kommet fram til en god løsning. Den viktigste aktiviteten til samskipnadene vil fremdeles være styrt av studentene selv, samtidig som vi sørger for at hensynet til en langsiktig og god studentvelferd ivaretas. Med dette tar jeg opp forslaget fra Senterpartiet, SV og

jeg synes saksordfører Trine Skei Grande redegjorde for dette – både saken og ikke minst opposisjonens innvendinger – på en veldig flott måte. Jeg skal dermed prøve å være kort. Jeg har alltid rett, men det er sjelden jeg står på denne talerstolen og er så sikker på å ha rett som i dag. Dette er en sak hvor man må lete med lys og lykte for å finne en eller annen krabat som er enig i den innstillingen som nå ligger på bordet – ikke bare i den litt mindre mistillitsforslaget som kom på bordet i dag – og da mener jeg langt inn i de rød-grønne partiene. Det er ingen entusiasme å spore fra noe hold. Har vi ikke viktigere ting å bruke tiden på, både i dette hus og i departementet, enn dette? Nå er det rundt 70 år siden studentsamskipnadsloven ble vedtatt i dette hus. Den har gjeldt på rundt 40 studiesteder i 70 år, med fantastiske resultater – med et velferdstilbud for studentene som er bygd opp i denne perioden, som på mange måter velferdsstaten har mye å lære av. Én gang på 70 år har det gått galt, i Narvik. Jeg kan like godt si det, alle vet at det er det det er snakk om. Men der var det altså voteringene som gjorde at det gikk galt, de var

Noen omtaler noe av dette som veldig spesielt, veldig annerledes. Noe av det som nå er oppsummert, som er unntak som krever to tredels flertall, er helt normale beslutninger i et virksomhetsstyre – f.eks. å starte en kiosk, starte andre velferdstilbud, starte en barnehage. Dette er altså ikke kjernevirksomheter etter snuoperasjonen i dag – for i dag har altså regjeringspartiene oppdaget at studentboliger er kjernevirksomhet, og der skal vi ha tillit til studentene, nok ikke – eller kanskje – når det gjelder låneopptak. Det er det vel ingen av oss som sitter her i salen nå, som er sikre på. Vi hørte en tolkning fra Arbeiderpartiets representant som sa at samtidig som det skal være to tredjedels flertall ved låneopptak, det står «større låneopptak», er det styret selv som skal bestemme hva det er. Styret selv! Ja, ja. Hva er logikken i det, uten føringer for dette? Det Det skal bli spennende å se hvordan tolkningene blir framover. Jeg ser at regjeringspartiene i en pressemelding sier at dette skal styret bestemme selv. Hvis det ikke skal gjelde bygging av studentboliger, hva skal det da gjelde? Det må jo være de største finansielle utfordringene samskipnaden har. Regjeringen sier at de lytter til studentene. Ja, da har ikke vi fått de samme signalene fra studentene, for studentene har vært veldig tydelige på at to tredjedelskravet må fjernes. Det er en ren mistillit at det flertallet som studentene skal ha, og som vi lovfester, ikke er godt nok til å ta viktige avgjørelser. Å fjerne studentboligene fra den listen som har skapt to tredels flertall, har ingenting med å gjenopprette tilliten til studentene som

vil få flertall, vil bidra til å sikre at vi har robuste samskipnader også for framtiden. Det er viktig for oss, nettopp fordi de har fungert godt. Vi har i dag fremmet forslag til én endring. Det er fordi vi har lyttet. Det er fordi studentorganisasjonene har sagt at det viktigste for dem, i all eksemplifisering, har vært knyttet til det som handler om å investere i nye studentboliger. Det å investere i nye studentboliger har vært en historisk oppgave, som studentsamskipnadene har skjøttet godt. Når vi tar den ut av listen over saker som skal vedtas med to tredjedels flertall, er det fordi vi lytter, og fordi vi har tillit til at det vil bli forvaltet på en god måte. La meg knytte noen kommentarer til det som står igjen på den listen. Jeg synes det er rimelig at man har bred forankring av tunge økonomiske vedtak. Så større låneopptak står der. Det er ikke uvanlig at et styre må forholde seg til hva som er et større låneopptak. Skulle man måtte man gått inn og sett at disse studentsamskipnadene våre er svært forskjellige. Noen er store, noen er mindre. Vi kunne risikert å gjøre ting som på en måte ville lagt ytterligere begrensninger. Det er styrets ansvar å være med på å ta beslutningen om hva som er et større låneopptak. Og det vedtaket vil slik sett måtte fattes med et simpelt flertall. I alle styrene jeg har sittet i, har det alltid vært viktig at man ikke får bedre økonomistyring enn summen av det styret selv er i stand til å gjøre. De lovendringene som skjer i dag, vil ikke være mer dramatiske enn at man bidrar til å ansvarliggjøre den enkelte for det store økonomiske ansvaret det er å sitte i et slikt styre. Det må, etter min oppfatning, være av det gode at man blir ansvarliggjort. Jeg synes også det er viktig at man har valgt en styresammensetning som sier at ingen styremedlemmer, ei heller i studentsamskipnadene, er mer verdt enn andre. Alle teller likt, og summen av alle de gode hodene skaper de beste beslutningene. Vi mener at de endringene vi i dag legger fram, gjør at vi klarer to ting. Vi klarer å fokusere på at vi skal ha god økonomistyring, samtidig som vi gir samskipnadene god fleksibilitet og mulighet til å utøve det virket de har gjort bra, og vil fortsette å gjøre bra. Jeg vil advare mot å tro at dette er et område – som når man hører representanten Lien – som nærmest for evig og alltid vil være fritatt for utfordringer på den økonomiske siden. Jeg tror ikke at samskipnadene er noe unntak fra andre i så måte. Det at man lager gode, robuste regler som bidrar til å sikre at vi har god styring av samskipnadene for framtiden, er ikke mistillit. Det er tillit. Det er fordi man ønsker at denne formen skal stå også framover. Så jeg er trygg på at det vi gjør i dag, ikke innebærer dramatikk. Det er viktig, som det blir sagt, at de fleste vedtak blir fattet med konsensus. Det håper jeg vil fortsette for framtiden – med den forskjellen at de som sitter og behandler dette, i noen saker vil vite at det krever to tredjedels flertall, og at det gir enkelte styrerepresentant et litt større ansvar. Jeg klarer ikke å bestemme meg for om det er

og at det var hun som skulle bestemme det og ikke jeg. Jeg føler at vi nå ser den siden av de rød-grønne som jeg er minst glad i. Det er det behovet de har for å fikse ting som ikke er ødelagt, viljen til å detaljstyre, å ha kontroll – i skjul: Når det er fellesskapets penger som forvaltes, må vi styre dem, vi må passe på, vi må gripe inn – vi må ha andre styringsstrukturer enn det man selv besitter. I denne salen forvaltes årlig milliarder av kroner med simpelt flertall. Det er fellesskapets penger. Vi klarer det med simpelt flertall fordi vi er demokratisk valgt, og vi kan bli kastet hvis vi ikke gjør jobben vår akkurat på samme måte som studentrepresentantene i studentsamskipnadsstyrene. Det at studenter skal overstyres, bryter med et prinsipp. Uansett om man fjerner ett av ordene i lovvedtaket som handler om studentboliger, er det mye igjen med hensyn til studentene som man nå velger å overstyre. det gjelder prinsippet om at vi har en studentvelferdsmodell som er styrt av og for studenter. En del av bakgrunnen for dette tror jeg er at vi har hatt studentparlament og studentorganisasjoner som er så viktige for å bygge opp ledere Jeg synes også det er rart at dette var den første saken som den nye kunnskapsministeren valgte å levere til studentene. Det kan vel hende at man da får en sjekk, og at man kan få igjen noe for andre ting, men dette synes jeg kom uheldig ut. Vi har hørt mange rare argumenter fra regjeringspartiene – både her og opp igjennom – i denne saken. Kanskje et av de merkeligste argumentene jeg Kanskje et av de merkeligste argumentene jeg hørte, var da statsråden på NSOs landsmøte i vår mente at det ikke var studentene hun hadde liten tillit til, men de andre i styret. For i dag kunne de bare skyve ansvaret fra seg og si at det er studentene som har flertall, og dermed ikke ta ansvar selv. Vi vet – og vi har fått det bekreftet flere ganger i dag i denne debatten – at de fleste vedtakene skjer ved konsensus.

og det nye åttende leddet. Der synes jeg at man burde hatt mot til å stryke hele greia og beholde tilliten til studentene og den grunnpilaren vi har, nemlig at vårt lands studenter er samfunnsbyggere. De tar stort ansvar i møte med landets utfordringer. Det viser de i de de engasjerer seg i. Dette har de vist siden 1939, da den første studentsamskipnaden ble opprettet. De har tatt ansvar for utbygging av egen velferd. For Kristelig Folkeparti er dette framtidens ledere, og det er rart – og det er urovekkende – at regjeringen ikke har tillit nok til å la dem beholde styringen over studentsamskipnadene selv. Når en statsråd statsråd kommer i et regjeringskollegium og må legge fram en sak om en studentsamskipnad som er konk, og staten må ta regningen, må man også regne med at det blir en diskusjon rundt styringsformene til studentsamskipnadene. Det er det som har skjedd i denne saken. Det skal jeg være helt åpen på. Den har en historie som Den har en nær historie, og jeg må bare gratulere studentene med gjennomslag for opptil flere forslag – først, da jeg skulle legge fram saken for Stortinget og avblåste det forslaget som dreide seg om at departementet skulle ha rett til å oppløse styret, og nå, i stortingssalen, der de rød-grønne har foreslått en endring som tar studentboliger ut av § 6 syvende ledd. Men jeg tror vi skal prøve å ha en liten grad av edruelighet i debatten. Det er slik at studentsamskipnaden stort sett har vært styrt meget bra. Det er slik at studentene og også de andre styremedlemmene stort sett har tatt veldig godt ansvar for å forvalte studentvelferden i Norge. Men det er ikke slik at alle studentsamskipnader blir prikkfritt styrt. Det er prikkfritt styrt. Det er slik at noen av dem er i litt – skal vi si – dårlig form. Det er slik at studenter som er medlemmer i styret i studentsamskipnaden, stort sett gjør en meget god jobb og treffer kloke og fornuftige beslutninger. Men det er også slik at det er ønskelig – hvis man fortsatt skal ha en struktur som er at det er studentene som har flertall i styrene, og at det er studentene som har rett til å ha styreleder – at man prøver å finne en modell som gir en ekstra aktsomhet rundt store, alvorlige og bindende økonomiske vedtak. Det var dette vi var på jakt etter da vi så at vi ikke kommer unna det å understreke at det er nødvendig at studentsamskipnadenes styrer

at vi har studentsamskipnader som har for lav egenkapital framover, som kan komme i trøbbel. Vi må regne med at Stortinget i flere runder skal behandle kritikk fra Riksrevisjonen fordi vi ikke har god nok styring, og en eller annen – hva skal man si – ekstra oppmerksomhet rundt det å påta seg store forpliktelser er det nødvendig å ha. Hvis det var slik at jeg hadde mistillit til studentene, hadde jeg foreslått at studentene skulle miste flertallet i jeg foreslått at studentene skulle miste flertallet i studentsamskipnaden. Jeg har ikke mistillit til studentene. Det skjer ingenting i noen studentsamskipnader uten at studentene er med, for studentene har flertall, og de har rett til å ha lederen. Det er også slik at de, stort sett, når de har styrelederen, opptrer så klokt at de legger opp til brede vedtak og konsensus rundt det. Så denne endringen i bestemmelsene vil sørge for en ekstra aktsomhet i styrene når man tar store og omfattende beslutninger. Det er til og med slik at studentene, som har flertall i samskipnaden, med simpelt flertall avgjør når det er særlig store forpliktelser som krever to tredjedels flertall. Så hele intensjonen bak dette er å sørge for at det er en særlig aktsomhet i styrene i studentsamskipnaden når man påtar seg særlige forpliktelser som kommer til å strekke seg langt inn i framtiden. Dette mener jeg er en god løsning, for vårt ønske har vært at vi skal ta vare på det som er den beste tradisjonen med hensyn til at vi har en studentstyrt studentvelferd. Det er likevel et faktum at i det øyeblikket man i tilfelle går konk, er det staten som må ta den regningen, for det er vi som er ansvarlige for for studentvelferden. Og det er helt sikkert slik at hvis man ikke klarer å komme med forslag når man ser at noen studentsamskipnader ikke er solide nok til å sikre en robusthet framover, kommer det til å være noen som har noen gode argumenter for ytterligere innstramminger, som truer

Deres egenkapitaldekning er veldig forskjellig, og deres omfang når det gjelder omsetning, er veldig forskjellig – så det er svaret på det spørsmålet. Statsråden har for så vidt delvis rett i – og det er jeg enig i – at det var det norske kontoret i Finansdepartementet, som statsråden kjenner mye bedre til enn meg, som delvis står bak dette forslaget. Da lurer jeg på: På hvilken måte ville det som vi vedtar i dag, gjort at vi kunne ha unngått situasjonen som var begrunnelsen, ifølge statsråden, for denne endringen, nemlig de problemene man fikk ved Studentsamskipnaden i Narvik? Det er helt riktig at de eksemplene man har hatt på mindre kloke beslutninger i studentsamskipnadene, ikke har skjedd ved at studentene har brukt knepent flertall eller stemt ned resten av et styre. Det som er bakgrunnen for de endringene som nå foreslås, er jo å få fram en spesiell aktsomhet, og det tror jeg kanskje har manglet i de styrene som ikke har tatt like kloke beslutninger. Men så har jeg lyst til å si følgende: Det er noe som er litt rart i diskusjonen, for jeg har ikke hørt noen som har sagt at det ypperste av demokratisk styring av studentsamskipnadene er knappe vedtak i styrene med hensyn til store økonomiske beslutninger. Det er tvert imot sånn at alle har sagt at vi bestreber oss på en konsensus, og at det er viktig at det er enighet om det som forplikter oss videre framover. Da er vi egentlig enige om det som er realiteten, at de store, omfattende beslutninger som binder samskipnadene framover, bør det være

Det har vært mange argumenter i denne saken, og i én sammenheng så jeg at statsråden gikk inn på dette med styrekompetansen, altså kompetansen til dem som sitter i styrene, som en av grunnene til at det var viktig med to tredjedels flertall. Jeg vet ikke om det da er slik at hvis flere med lite kompetanse gjør et vedtak, så er det bedre. Hva mener statsråden er tilstrekkelig kompetanse for styremedlemmer for at en kan ha simpelt flertall i et styre? Jeg tror ikke jeg har vært inne og kommentert noe med hensyn til verken det ene eller det andre menneskets styrekompetanse, og jeg regner med at de som velges til styrene i studentsamskipnadene, er kompetente. studentsamskipnadene, er kompetente. Det som er bakgrunnen for denne saken, er et ønske om at det er styrene i studentsamskipnadene, som er en spesiell innretning – det er en stiftelseslignende organisasjon – som tar beslutningene. På veldig mange andre områder i samfunnet der staten har ansvaret for for en organisasjon – eller som i dette tilfellet, studentvelferd, men som utføres av samskipnadene – har staten en helt annen styring. I veldig mange andre sammenhenger er statsråden generalforsamling og kan kaste styret, og alle store låneopptak må godkjennes av statsråden. Så dette er en særlig konstruksjon, hvor styret har en stor grad av

Hvordan har statsråden sett for seg at en ved vedtak om oppstart av ny virksomhet skal dokumentere at dette kommer til å gå med overskudd? Det er jo akkurat det samme, nemlig at man må ha en særlig aktsomhet hvis man setter i gang en ny type virksomhet. Det er fordi vi må sørge for at det som er dagens studentsamskipnadskonstruksjon, er bærekraftig på sikt. sikt. De eksemplene vi har på virksomheter som har undergravd studentsamskipnadens drift, er der man har gått utover det som er kjerneoppgavene, håper på overskudd, men ikke får overskudd. Da er man nemlig i en situasjon hvor det enten er de offentlige bevilgningene eller studentene selv som skal betale for f.eks. å sponse en studentkro. Da er vi langt inne i noe som til og med kan være i strid med Så dette er en viktig bestemmelse for å rydde opp i hva slag risiko man kan ta med det utgangspunktet for finansiering som studentsamskipnadene har. Statsråden snakker om at det er et ønske om en robust økonomistyring, og at man skal ha særlig aktsomhet. Likevel får vi ingen eksempler på der det er to tredjedels flertall, som ville ha sikret dette når det gjelder de vedtakene som har vært i studentsamskipnadene til nå. På NSOs landsmøte antydet også statsråden at studentene ikke helt hadde forstått det forslaget som regjeringen har lagt fram.

Den terskelen er ytterligere hevet gjennom det som er diskusjonen her. Det jeg mener at studentsamskipnadene er tjent med på sikt, er en robusthet rundt de beslutningene som tas, og som binder økonomien framover. Den robustheten kan man sikre gjennom å understreke at det bør være bred enighet i styrene om dette. Studentene bestemmer uansett – det kan ikke fattes ett vedtak

om penger. Det hadde vært interessant å få høre hva statsråden har tenkt, som gjør at denne gruppa, som er studenter, er utrolig mye mindre kvalifisert til å fatte slike vedtak enn det andre styrerepresentanter er. Hva er det som er skummelt med studenter, som gjør at dette blir spesielt uansvarlig? Det er et spørsmål som jeg er veldig glad for å få.

om studentenes alder eller form. Det handler om et ønske om at store, viktige og vesentlige beslutninger skal tas med to tredjedels flertall. Jeg er en sterk tilhenger av stemmerett for 16-åringer og utvidelse av demokratiet på mange områder. Men jeg er også en sterk tilhenger av at f.eks. grunnlovsendringer eller andre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 slår fast at dersom en krever to tredjedels flertall, blir styremedlemmene mer aktsomme når det gjelder vedtakene. Der er det for så vidt en logisk brist hos meg. Det er heller ikke min erfaring fra alle de styrene jeg har vært medlem av. En slik aktsomhet regner jeg med at styremedlemmene har hele tiden, og kanskje ekstra hvis det er slik at det er simpelt flertall, altså vanlig flertall, som avgjør det. Da blir en enda Det andre som jeg nesten må få lov til å spørre om, gjelder følgende: Nå er det slått fast i innlegg etter innlegg – og statsråden slo det fast igjen nå på slutten – at for å sikre god økonomistyring er det Er dette et nytt prinsipp? Dagrun Eriksen var også inne på det i sitt innlegg. Er dette et nytt prinsipp som SV nå går inn for, at i alle mulige demokratiske sammenhenger bør en, f.eks. når det gjelder økonomi, ha to tredjedels flertall, fordi det sikrer god økonomistyring – på Stortinget, i kommunestyrer og i bedrifter, for alle som omfattes av aksjeloven, som jo er det nærmeste når vi behandler denne loven i dag? Er dette det nye prinsippet SV nå skal kjempe for for å sikre god økonomistyring – to tredjedels flertall?

benyttet seg av. Så her har vi en utfordring som er større enn som så. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr.3. Etter ønske fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte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
Først ønsker jeg å takke komiteen for et godt og effektivt samarbeid i denne saken. Jeg vil også takke Venstre for å ha løftet saken for Stortinget. Det har hersket stor enighet i komiteen om behovet for gradert sykmelding for studenter. Jeg er glad for at regjeringspartiene langt på vei kommer oss i møte i denne saken, og innrømmer at dette tiltaket så langt har hatt svært positiv effekt for de studentene som har hatt behov for det. det. Dagens kunnskaps- og kompetansesamfunn stiller stadig høyere krav til en utdannet befolkning, og behovet for kompetent arbeidskraft er økende. Da er det bekymringsfullt at Norge har et stort frafall, både i videregående skole og innen høyere utdanning. Særlig innenfor viktige områder som ingeniør-, helse- og lærerutdanningene er frafallet høyt, og en opplever store problemer knyttet til dette. Det fører til betydelige utgifter, både for samfunnet generelt og for den enkelte student spesielt. For å bidra til å redusere noe av dette frafallet er det viktig å etablere ordninger som ivaretar studentene på best mulig måte, og som setter flere i stand til å fullføre begynt utdanningsløp. Vi vet at mange av dem som dropper ut, gjør det på bakgrunn av psykiske og psykososiale problemer, og det er nettopp derfor vi i dag har regelverk og ordninger knyttet til sykmelding og stipendutbetalinger for studentene. Men problemet med dagens ordning med sykestipend er at denne gjelder kun for dem som er 100 pst. sykmeldt. Vi vet at det er Vi vet at det er flere studenter som har behov for en gradert sykmelding, der de kan være sykmeldt f.eks. 50 eller 75 pst., og samtidig produsere studiepoeng. Dagens ordning fører til at man enten velger å sykmelde seg 100 pst., selv om man hadde hatt mulighet til å produsere noen studiepoeng, eller at man ikke er sykmeldt i det hele tatt, og dropper ut av studiene fordi man ikke klarer å fullføre.

Fellesfaktoren rundt alle disse utfordringene er at reglene oppfattes som for rigide og hindrer fleksibilitet og tilpasning for den enkelte student. Vi ser at ordningen som faktisk ble opprettet for å sørge for tilpasning til den enkelte, nå heller er til hinder for at den enkelte kan innrette sin studiehverdag etter sine behov. Blant annet ser vi at dette gjør seg gjeldende for de studentene som har deltidsjobb, som mister retten til

student. Det er mange årsaker til frafall, men vi vet at psykiske årsaker eller psykososiale problemer er en stor del av det for en stor gruppe, og at en gradert sykmelding vil kunne bidra til at flere klarer å produsere flere studiepoeng innenfor en viss tidsperiode, og ikke dropper ut fullstendig. En gradering av sykmelding er svært naturlig for arbeidstakere i arbeidsmarkedet, og da finner jeg det finurlig at dette ikke er like naturlig også for de studentene som er i studier. Med bakgrunn i dette ønsker jeg å fremme de forslagene der Fremskrittspartiet er medforslagsstiller. Representanten Mette Hanekamhaug har tatt opp de forslagene hun har referert til. Takk til saksordføreren for

at flere skal få mulighet til å ta utdanning, og at flere skal få mulighet til å ta høyere utdanning. Med opprettelsen av Statens lånekasse for studerende ungdom i 1947 var nok et tiltak for å sikre flere rett til utdanning på plass. Når vi nå ser situasjonen ute i Europa, hvor studenter protesterer heftig mot stadig større kostnader ved å ta utdanning, mener jeg vi har god grunn til å være stolte av vår studiefinansiering og gratisprinsippet innenfor høyere utdanning. Men det er også rom for forbedringer, det så vi tydelig da Norge ble rammet av terroren 22. juli. Jeg har lyst til å berømme regjeringen og ansvarlig statsråd for at man raskt var på banen og viste vilje og evne til å tilrettelegge for de mange som trengte det. Et av tiltakene som ble innført i forbindelse med terrorangrepet, var en midlertidig ordning med gradert sykmelding for elever og studenter som er minst 50 pst. sykmeldt. Jeg mener det er riktig, og det var viktig at ordningen ble gjort gjeldende for alle studenter og elever, uavhengig av tilknytning til 22. juli. Den midlertidige ordningen skulle i utgangspunktet dekke studieåret 2011–2012, men vi har også merket oss at denne ordningen er blitt godt tatt imot, og at dette lenge har vært et ønske fra studentbevegelsen. I merknadene til saken vi har til behandling, har regjeringspartiene skrevet at vi måtte komme tilbake til en eventuell videreføring i budsjettsammenheng. For oss som sitter i posisjon, er det nemlig et poeng at det er dekning i budsjettet for ting vi foreslår i denne sal. Jeg er derfor glad for at regjeringen i revidert budsjett foreslår å videreføre ordningen fram til 2013. For Arbeiderpartiet og regjeringen er det viktig at sykdom ikke skal straffe seg økonomisk. Det er hyggelig at det er en tilslutning til dette prinsippet blant partiene på Stortinget når det gjelder studenter. Så skulle jeg ønske at vi var like rørende enige om dette prinsippet også når det gjaldt norske arbeidstakere, men det blir sikkert en mulighet til å diskutere det ved en annen anledning. Så skulle jeg ønske at vi var like rørende enige om dette prinsippet også når det gjaldt norske arbeidstakere, men det blir sikkert en mulighet til å diskutere det ved en annen anledning. Bakgrunnen for at sykestipendet ble innført, var nettopp at studenter som blir syke og ofte bruker lengre tid på utdanningen, ikke skulle ende opp med høyere gjeldsbelastning enn andre studenter. Med gradert sykestipend vil dette prinsippet også gjelde for dem som er mindre enn for de kommer med noen påstander som ikke er helt riktige. I sakens innstilling skriver de at studenter som produserer studiepoeng, ikke har rett til sykestipend. Det er ikke riktig. Det er i dag fullt mulig å være 100 pst. sykmeldt og motta sykestipend i løpet av semesteret og allikevel få lov til å gå opp til Det er altså ikke et vilkår for å få sykestipend at man ikke består eksamen, så her er det en større fleksibilitet i den ordinære ordningen enn det forslagsstillerne gir inntrykk av. Opposisjonen skriver også i merknadene at studenter med syke barn kan miste retten til sykestipend hvis den andre forelderen har en annen inntekt i tillegg til stipend og lån. Det er heller ikke riktig. For en student med et sykt barn under tolv år skal retten til sykestipend være uavhengig av den andre forelderens inntekt, så her mener vi at regelverket er godt nok i dag. Så ser vi at det kan være grunner til å samordne velferdsordningene for studenter når det gjelder andre typer velferdsordninger og sykestipend, og at dette i dag kan oppleves som problematisk og lite fleksibelt. Det er et viktig prinsipp – jeg gjentar det – at studenter som blir sykmeldt fra deltidsjobb, og har krav på sykestipend, ikke skal tape økonomisk på at man er syk. Det har vi merket oss, og vi tar det med oss. Representanten Stine Renate Håheim har tatt opp det forslaget hun refererte til. Dette er

og så kan en heller ta økonomien når det kommer. Nettopp forutsigbarhet for at slike ordninger kan vare, vil være viktig for mange av dem dette gjelder, som kanskje har kommet i gang igjen med studiene med litt aktivitet, og som nå er usikre på om hvordan dette blir framover. Derfor synes jeg det er veldig rart – selv om det er fine innlegg her fra talerstolen – at ikke regjeringspartiene kan være mer og si at dette vil vi jobbe for å innarbeide. Når det gjelder regelverket for sykestipend, endte jeg opp i en diskusjon med rådgiveren min fordi jeg nektet å tro at det var sant det som sto. Om du f.eks. har en liten bijobb som student som du blir sykmeldt i, mister du altså muligheten til å få samme tilbudet når det gjelder stipendordningen. Det gjør jo at disse studentene kommer dårligere ut økonomisk. Så selv om den forrige taleren var oppe her og sa at man ikke ønsket at det skulle skje, stemmer man altså likevel imot det forslaget som går ut på at vi må se på disse reglene, slik at studenter ikke blir skadelidende dersom de er syke og samtidig har en deltidsstilling. Det underlige her er den totale avvisningen av forslaget. Istedenfor å invitere til en løsning der vi ser på dette videre framover, registrerer jeg at selv om man altså stemmer imot det i dag, sies det fra talerstolen at det skal jobbes videre med det. Da får vi passe på at så skjer i oppfølgingen. I denne saken har jeg vært mer fornøyd med de rød-grønne enn jeg var i forrige sak. Det har vært avgjørende for dem som opplevde 22. juli, å få muligheten til gradert sykmelding, og det var avgjørende at det ble gjort tilgjengelig for alle som var i en liknende situasjon. At regjeringen klarte å levere det så raskt, skal regjeringen berømmes for. De skal også berømmes for at de har forlenget denne ordningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, sånn at den varer ut 2012 og ikke bare i inneværende

enn det man har i studietiden. I studietiden er man veldig ensom, og er man sykmeldt uten å ha mulighet til gradert sykmelding og litt kontakt med studiestedet underveis, vil man lett kjenne at avstanden til å komme tilbake blir for stor. Det er den ene siden av det å ha gradert sykmelding. Den andre siden er det å komme tilbake. Har man vært ute på grunn av psykisk sykdom, er det å skulle komme 100 pst. tilbake med en gang ekstremt tøft. Det kan lett føre til tilbakefall og til at man ikke mestrer, slik at psykisk sykdom kommer tilbake. Derfor er det også av den grunn en sterk anbefaling fra helsevesenet å liste seg tilbake, enten det gjelder studier eller jobb.

Jeg håper at regjeringen nå vil la dem som opplevde 22. juli, være foregangsmennesker som har gått foran og laget bedre velferdsordninger – og tettet hull – som gjøres gjeldende for andre som opplever traumer, som opplever psykisk sykdom, og som har behov for det samme nettverket og de samme ordningene som vi nå har.

at vi skal lage systemer rundt folk istedenfor å prøve å få folk til å passe inn i systemene. Dette har lenge vært et stort ønske hos NSO og LO, og flere organisasjoner har vært på lag for å få det til. Venstre har foreslått dette en rekke ganger i forbindelse med budsjetter, igjen og igjen. Etter det tragiske som skjedde i fjor, gikk regjeringa inn og gjorde dette til en midlertidig ordning. Da tenkte vi at og gjorde dette til en midlertidig ordning. Da tenkte vi at nå er det kanskje mulig å få flertall for å gjøre dette til en permanent ordning. Da er det i hvert fall ikke prinsippet man er imot. Da er det kanskje en mulighet for at vi ved en unik situasjon skal klare å få flertall for noe her i salen som vi har vært for lenge. Men da skjer det igjen som alltid skjer, nemlig at man stemmer imot fordi det er noen andre som har foreslått det. Ja, nå har regjeringa foreslått å forlenge den midlertidige ordninga ut neste stortingsperiode, og da er det jo ikke sikkert at regjeringa trenger å være ansvarlig for det heller. Da kunne man virkelig ha strukket ut handa og sagt at nå kan vi være enige om noe. om noe. Det kan jo ikke være prinsippet man er uenig i. Det må være det at man forplikter seg til å bevilge penger over lengre tid, som er utfordringa. Her hadde jeg håpet at vi kanskje kunne finne sammen når dette forslaget lå på bordet. Jeg blir veldig skeptisk her. Jeg må innrømme – man skal sikkert ikke avsløre sånt – at når man får et forslag fra noen, og en stortingsrepresentant eller andre svarer takk for innspillet, taler det veldig godt for at forslaget havner i skuffen. Jeg følte litt da representanten fra Arbeiderpartiet hadde innlegg her i dag, at vi fikk beskjeden: Takk for innspillet. Jeg håper jo at dette kan bli en langsiktig ordning, fordi det er bra for studentene, det er som ønsker å bygge kompetanse her i landet, og det er grunnleggende rettferdig. Det er en stor rettferdighetsreform, hvis vi klarer å få laget denne fleksibiliteten i systemet. Men vi kommer til å fortsette å foreslå det i forbindelse med budsjetter, vi kommer til å fortsette å foreslå det i programmer, og så får vi håpe at det noen gang går an at vi blir møtt med noe annet enn takk for innspillet.

litt. Det er bedre enn ingenting, har vært slagordet – for det er noe med å kunne komme tilbake og bli normalisert i en situasjon. Nå er ikke dette spesielt for dem som har opplevd 22. juli. Det er også andre elever og studenter i andre typer situasjoner som opplever veldig dramatiske ting, som kan være veldig forstyrrende med tanke på det utdanningsløpet man har lagt, og der det er viktig å ha romslighet og fleksibilitet til å drive skreddersøm. Så har vi vært oppe i noen dilemmaer, f.eks.: Hva skulle vi gjøre med eksamen og muligheten for å få karakterer? Der bestemte vi oss for at vi ikke skulle endre forskriftene, fordi man i neste omgang veldig lett er i en situasjon hvor man f.eks. oppfordrer ungdom til å følge en rettssak fra dag til dag og time til time, og det er kanskje ikke heldig at man kommer ut med den typen oppfordring. oppfordring. Så har det vært noen utfordringer her når det gjelder studenters mulighet til å være sykmeldt. Også for studentene har vi hatt et ønske om å si: Det er bedre om man klarer å henge litt med, enn om man gir helt opp – med tanke på det man har opplevd når det gjelder perioden rundt Utøya og terrorangrepet i Oslo. Det jeg håper nå, er også at vi får noen erfaringer med hvordan dette har fungert. Nå har vi faktisk erfaringer fra et helt studieår – to semestre – med hvordan dette har fungert. Blant motforestillingene når det gjelder å gjennomføre en slik ordning permanent, har det bl.a. vært argumenter som dette er en ordning som det er vanskelig å kontrollere og holde orden på. Når man er student, vil det være ganske mange studier hvor man avlegger en eksamen – og er det en 50 pst. eller en 100 pst. student som avlegger en eksamen? Fordi dette har virket en stund, tror jeg vi kan ta med oss noen erfaringer derfra – det kommer jeg til å gjøre – og så ser vi på på hvilken måte vi kan sørge for at det også for studenter vil være mulig vil være mulig å være litt med, og ikke 100 pst. det ene eller 100 pst. det andre, skjønt det skal sies at dette har mer å gjøre med hva slags gjeld man sitter igjen med, og ikke begrenser muligheten til faktisk å være med i studiene. Jeg tar med meg de forslagene som ligger her – det som står i innstillingen både fra flertall og mindretall – og så ser vi på på hvilken måte vi kan ivareta den muligheten som jeg ønsker at studenter skal ha, nemlig muligheten til å være deltidsstudenter også under perioder hvor man er delvis sykmeldt. Den samme logikken som vi bruker på alle andre områder i samfunnet, er det også ønskelig at skal gjelde for norske studenter. Det blir replikkordskifte.

kommer. Det er merkelig: Vi ser at sykelønnsordningen er tilrettelagt slik at den skal være langsiktig og sørge for stabilitet for dem som trenger det, nettopp fordi denne gruppen i mange tilfeller ofte trenger den stabiliteten og langsiktigheten som disse ordningene gir. De budsjettmessige konsekvensene tas etterpå. Vi i Fremskrittspartiet mener at studenter fortjener den samme stabiliteten og kontinuiteten i

for 2013. Et av argumentene i diskusjonen rundt studenter og arbeidstakere er: Hvis man f.eks. har én eksamen som beviser at man er 100 pst. student – det er mange studier som er sånn – og man tar den eksamenen, er det da rimelig at man har vært 50 pst. sykmeldt den tiden det tar å komme fram til den eksamenen? Det vil kunne være en utfordring. Så argumentene mot en sånn ordning dreier seg mer om på hvilken måte det er mulig å måle om studenter er 50 pst. sykmeldt eller ikke, enn prinsippet om hvorvidt man skal likebehandles med yrkesdeltakere. Jeg kan komme tilbake til det når vi kommer til budsjettet for 2013, for da håper jeg vi har noen erfaringer fra den perioden vi faktisk har gjennomført. Det jeg ikke får helt taket på, er: Når man har åpnet for dette, kan man jo ikke prinsipielt være imot å prøve det. Sjøl om man åpnet for det for alle, var det knyttet til en spesiell anledning, nemlig en katastrofe i veldig mange unges liv. Men sånne katastrofer opptrer i livet og kan inntreffe i mange andre sammenhenger enn akkurat det vi ble utsatt for den dagen. Jeg håper statsråden kan si at prinsipielt har hun ikke noe imot en sånn ordning. Jeg har stor tiltro til byråkratiet rundt statsråden, til at de klarer å finne ordninger for dette og hint, for det bruker de å klare, si det sånn. Jeg vil bare at statsråden skal si om hun prinsipielt er for en sånn type ordning, og så får man da jobbe med avveiningene knyttet til eksamener, studiepoeng og alt det som statsråden ellers tar opp. For det første er det viktig å merke seg at denne regelen har gjeldt for alle, uansett om de hadde tilknytning til Utøya 22. juli eller ikke i denne perioden. For det andre vil jeg aldri at noen sier noe stygt om noen av de byråkratene som jeg har ansvaret for. For det tredje skulle jeg ønske vi klarte å finne fram til en rimelig ordning der studenter kunne være delvis sykmeldt, men som ikke samtidig var en ordning som man kunne

men det er ikke gitt noen føringer for hvordan denne saken skal håndteres videre, og hvordan meddelelse skal bli gitt. Presidentskapet har foreslått at dette bare skal vedlegges protokollen. Dette er første gang vi har denne type sak, rapportering til Stortinget. Dette vil gjelde de to neste stortingsvalgene. På vegne av Fremskrittspartiet foreslår jeg at denne saken

nå. Det er riktig som det ble sagt, at dette er en oppfølging av gjeldende valglov. Temaet som nå blir reist, har vi diskutert i presidentskapet. Jeg vil bare kort informere om at det var enighet i en herværende fungerende president, om at den rette behandlingsmåten er å vedlegge saken protokollen – nettopp på grunn av at dette er en praktisk oppfølging av tidligere vedtak i Stortinget og dermed fungerer som en orientering om hvordan mandatfordelingen blir i neste periode. Jeg vil anbefale alle, og kanskje særlig alle utenom Fremskrittspartiet, å støtte forslaget til vedtak.